og Stein Erik Lauvås. Følgende representant var fraværende: Ingjerd Schou. Fra de øvrige fraværende representantene forelå det permisjonssøknader Fungerende president foreslår at den sist benyttede forretningsorden blir gjort gjeldende. – Det anses vedtatt. Det foreligger en rekke permisjonssøknader: – Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Jens Stoltenberg i tiden fra og med 1. oktober fra representantene Geir Jørgen Bekkevold, Jette F. Christensen, Per Rune Henriksen, Frank J. Jenssen, Abid Q. Raja og Erlend Wiborg om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 21. oktober, alle for å delta i De forente nasjoners 70. ordinære generalforsamling i New York. – fra representantene Tom E. B. Holthe og Magne Rommetveit om permisjon i tiden for å delta i sjefskurs ved Forsvarets høgskole – fra representanten Lise Christoffersen om permisjon i dagene 1. og 2. oktober for å delta i Europarådets parlamentariske forsamlings 2015-sesjon, 4. del, i Strasbourg – fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Heikki Eidsvoll Holmås fra og med 1. oktober og inntil videre – fra representanten Nikolai Astrup om foreldrepermisjon i dagene 1. og 2. oktober Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Fra henholdsvis første og andre vararepresentant for Oslo, Frode Helgerud og Afshan Rafiq, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Astrups permisjon, av velferdsgrunner. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: 1. Søknadene behandles straks og innvilges. 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

Kjell Håvard Jensen 1.-21. oktober Siri Engesæth, Laila Gustavsen, Eigil Knutsen, Marianne S. Bjorøy, Roald Aga Haug, Truls Wickholm, John Christian Elden, Ingunn Gjerstad, Hanne Thürmer, Audun Otterstad, Torhild Aarbergsbotten, Ellen Eriksen og Kjell Håvard Jensen er til stede og vil ta sete. Det skal foretas valg av presidenter og Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forretningsorden § 6, andre og tredje ledd. Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler. Fungerende president ber om forslag på Stortingets president. Olemic Thommessen. Olemic Thommessen er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets første visepresident. Jeg har den ære å foreslå Marit Nybakk.

Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident. Jeg foreslår Ingjerd Schou. Ingjerd Schou er foreslått valgt til Stortingets fjerde visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets femte visepresident. Eg har gleda av å føreslå Line Henriette Hjemdal. Line Henriette Hjemdal er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. Line Henriette Hjemdal. Line Henriette Hjemdal er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Presidenten ber om forslag på sekretær.

Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef, for at denne kan innhente Kongens bestemmelse om tiden for Stortingets åpning. – Det anses vedtatt. Tidspunktet vil senere bli kunngjort. Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige for Kongen og fedrelandet – og anser denne bemyndigelse for gitt. Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på syv representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning – og anser også denne bemyndigelse for gitt. Som deputasjon oppnevnes representantene Bård Vegar Solhjell, leder, Martin Kolberg, Trond Helleland, Jørund Rytman, Anders B. Werp, Torgeir Micaelsen og Morten Wold. I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Oslo biskop innbudt Stortingets representanter til gudstjeneste i Oslo Domkirke i dag, torsdag 1. oktober kl. 17.00. Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.